2003, og det fylket er et av de fylkene som har kjøpt en slik båt. Tidligere sendte vi elevene ut på fiskebåter, og så fikk de noen kvoter med seg, men det var så intensivt. Jeg kjenner skipperne på disse båtene, og de sa: Vi hadde ikke tid til å ta oss tilstrekkelig av dem. Vi gjorde et kast, og så fikk vi disse kvotene, kanskje 70 tonn makrell, og vi gjorde det i løpet av natten, og vi skjønner jo det at det ikke var så mye innlæring for elevene. Derfor er det beste systemet for å lære dem opp til å bli lærlinger nettopp å la dem prøve seg på disse opplæringsbåtene som er langs kysten. Jeg var forleden uke i Måløy, og der er det også en slik båt. Vi har det omkring i hele landet. Og det som skjedde rett før påske i Honningsvåg, var at de satte noen lurvete torskegarn på de kvotene de har i året – 7 500 kilo – og én natt fikk de så mye torsk at det er bare noen hundre kilo igjen til neste kull innenfor den samme kvoten, så de kan ikke dra ut på havet og lære. Det er det som egentlig er sakens kjerne. Fremskrittspartiet har spurt den forrige hva vedkommende ville gjøre for å øke denne opplæringskvoten. Og Høyre har gjort det, ved dagens fiskeriminister, i 2011 – innforstått at man skulle øke denne opplæringskvoten. Så jeg forstår det slik at alle sammen er for dette. Men hvorfor ikke da stemme for det forslaget som ligger på bordet foran dere? Det kan jeg ikke skjønne, for der er det ikke samhandling. For hele opplæringsmiljøet, som har prøvd dette i flere år, er helt klare på at dette er den beste måten å gjøre det på, og så må vi komme med den lærlingkvoten som fiskeriministeren har foreslått, i ettertid. Nå høver det veldig godt å frigjøre litt mer kvote, men det er ikke snakk om så veldig mye. Rett før jul vedtok vi et annet finansieringssystem. Før betalte vi fiskerne for å gjøre undersøkelser med kvote. Nå må vi fiskere betale inn en avgift, så nå betaler vi med penger. Så plutselig er det ca. 30 000 tonn til rådighet, selv om det er flere som skal ha av dette. Det passer også ved at det står veldig bra til med kvoter i havet, spesielt i Barentshavet, for å gjøre denne omleggingen av systemet. Helt til slutt vil jeg si: Vi har delt opp dette forslaget vårt i to punkter, og siste delen handler om at skoler i nord som har kvoter på nordsjøsild som fiskes i Skagerrak, kan bytte dem til torsk, for det svarer seg ikke økonomisk å gå til Nordsjøen og fiske 10–20 tonn med sild. Presidenten oppfatter det slik at representanten Ingebrigtsen har tatt opp de to forslagene som han refererte til. Å lykkes med rekruttering til fiskerinæringen er refererte til. Å lykkes med rekruttering til fiskerinæringen er en forutsetning for at denne næringen også i fremtiden skal spille en stor og sentral rolle som verdiskaper, og for å bidra til å sikre norsk velferd. Derfor har dette temaet vært helt sentralt for meg fra aller første dag som statsråd. Fiskerimyndighetene kan med hjemmel i havressursloven tildele undervisningskvoter til skoler for gjennomføring av praktisk undervisning og opplæring i fiske. Formålet er å styrke den fiskerifaglige undervisningen ved å gi elevene et innblikk i praktisk fiske. Lovhjemmelen kan imidlertid ikke nyttes til å tildele kvoter for finansiering av fartøydrift eller undervisning som sådan, og det gjøres derfor ikke forskjell på skoler med og uten egne fartøy. Noen skoler har egne undervisningsfartøy, mens andre har funnet det mer hensiktsmessig å nytte kvotene til at elever får litt praktisk undervisning om bord i ordinære fiskefartøy. Tallene viser at undervisningskvotene for bunnfisk har økt de siste årene, mens det for pelagiske fiskeslag har vært en reduksjon. Det er departementet som fastsetter de årlige rammene for undervisningskvoter, etter tilrådning fra Fiskeridirektoratet. Deretter er det direktoratet og fylkeskommunene som håndterer fordelingen mellom aktuelle skoler. Når det gjelder frigjorte kvoter som følge av omleggingen fra forskningskvoter til fiskeriforskningsavgift, har det vært et klart premiss at disse kvotene skal komme kommersielle fiskefartøy til gode som en kompensasjon for den nye

arbeidsplass. Skal denne næringen bli den fremtidsnæringen vi ønsker oss, må den tiltrekke seg nok og kvalifisert kompetanse. Undervisningskvotene er i så måte et virkemiddel for å styrke opplæringen innenfor fiske og fangst. Ordningen blir nå gjennomgått når det gjelder både kvotenes størrelse og kvotenes innretting. En viktig årsak til frafall i videregående opplæring er mangel på Jeg vil derfor legge til rette for at ungdom som tar fiskerifaglig utdanning, kan få sin egen lærlingekvote med ut i den båten der man skal være lærling. En utvidelse av ordningen til også å omfatte lærlinger, vil kunne gjøre det mer attraktivt for fartøyeiere å ta lærlinger om bord. Saken sendes i disse dager på kort høring, med det klare siktemål at ordningen skal kunne innføres allerede fra kommende skoleår. Det er viktig at vi kan få en realistisk yrkesopplæring, for det kan gi en god start på en yrkeskarriere i fiskerinæringen. Dessuten vil departementet nå også vurdere mulighetene for at lærlingene kan få godkjent praksis om bord på fiskefartøy under 15 meter. I dag får lærlinger godkjent praksis bare om bord på større fartøy. fartøy. Jeg registrerer at representantene bak Dokument 8:24 S for 2013–2014 ber om at skoler som tildeles undervisningskvoter, skal kunne velge om « deler eller hele kvoten for enkelte arter hvitfisk skal konverteres til annen art hvitfisk». Det kan i henhold til havressursloven ikke tildeles kvoter ut over nasjonale kvoter, når slike er fastsatt. innebærer at nasjonale kvoter for de enkelte fiskeslag må fordeles spesifikt, for å sikre et kvoteregnskap som ikke medfører overfiske. Når det gjelder rekruttering til fiskeriene, vil jeg legge til at jeg ønsker å videreføre ordningen med rekrutteringskvoter. Denne ordningen har vært et godt virkemiddel for å bidra til at unge og motiverte fiskere får et grunnlag for å etablere seg i Jeg vil før sommeren komme tilbake til den endelige lanseringen av nytildelinger. Jeg vil for øvrig også videreføre ungdomsfiskeordningen, som er rettet mot ungdom som ønsker å fiske for omsetning i sommerferien. Også denne ordningen bidrar positivt til at unge mennesker skal få et møte med, smake på og prøve ut denne

av praktiske årsaker, bytte f.eks. nordsjøsild mot torsk i Barentshavet? Jeg oppfatter at representanten Ingebrigtsen nå tar opp noe annet enn det forslaget som faktisk er framsatt. Der framstilles det jo som om at den kvoten man er tildelt, skal man selv kunne omveksle i en annen type fisk. Det kan man ikke gjøre. Det som det nå spørres om; hvorvidt man kan få til et slags kvotebytte, som sikrer at man ikke belaster den enkelte bestanden mer enn det som var utgangspunktet, utgangspunktet, skal jeg være villig til å se på om er hensiktsmessig ut ifra at det for noen av disse fiskeslagene kan være snakk om så små kvantum at det kan være vanskelig å gjennomføre det fisket i praksis for enkelte skoler. Forslaget er delt opp i to, og det andre punktet handler nettopp om at man kan konvertere av praktiske

bord. For meg er det også et poeng at vi trenger å gjøre det mer attraktivt å ta lærlinger om bord. Vi har altfor mange ungdommer som ikke får lærlingeplass, og som dermed detter ut av videregående opplæring. Dessuten ser jeg også et pedagogisk poeng i det å få tildelt en sånn kvote, ved at man dermed også kan få innsikt i den delen av fiskerinæringen i Norge: Det handler om kvoter, kvoteregnskap og det å kunne forvalte bestander bærekraftig. Også den delen av det tenker jeg at det kan være viktig at man i opplæringssituasjonen får et forhold til. Jeg lurer på om fiskeriministeren har snakket med elevene som hadde tenkt å ta fiskeriutdanning, og som bestemte seg for å gjøre det fordi det var så spennende og interessant å komme på en opplæringsbåt, hvor de kunne få prøve å fiske på en virkelig måte, med Har fiskeriministeren truffet slike elever, og ser hun verdien av det? Jeg får tilbakemelding om at det er viktig å gjøre opplæringen så næringsnær og så realistisk som overhodet mulig. Derfor tenker vi i retning av at det er viktig at det for hver elev følger noen kilo fisk med, enten det er de to første årene, når man har den mer teoretisk anlagte opplæringen, eller når vi kommer over i lærlingefasen, og at man da kan få en kvote med seg.

Dette ble vedtatt av EU 11. desember 2013, og ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 i desember 2013 gikk et samlet storting inn for å bevilge penger til fortsatt deltakelse i programmene. Norsk deltakelse gir utvilsomt norsk romindustri muligheter til å posisjonere seg for å delta i kommende anbudsrunder i forbindelse med programmene. Norsk geografi, topografi og nærings- og bosettingsstruktur tilsier at Norge vil være blant de landene som har mest utbytte av Galileo. Norge har jo òg, som kjent, vært med på utviklingen av Galileo og EGNOS siden midten av 1990-tallet gjennom deltakelse i ESA og EUs rammeprogrammer for forskning og utvikling. Det har vært to stortingsmeldinger om norsk romvirksomhet. Det var i 1986, og det var i fjor – 2013. Ved behandlingen av siste stortingsmelding – Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og utbytte – var det et samlet storting som støttet meldingen, og som ga norsk romvirksomhet klare strategiske mål, hovedlinjer og definerte politikkområder der romvirksomhet skal være et verktøy for norske interesser. En av de kritiske suksessfaktorene for å nå målene er deltakelse Dette er et viktig steg for at Norge kan befeste stillingen som romnasjon, men også bli en enda større romnasjon. Tall viser at Norges romøkonomi er på hele 1,9 pst. av verdens romøkonomi. Til sammenligning produserer Norge om lag 1,6 pst. av verdens fiskeoppdrett og om lag 2,3 pst. av verdens olje og gass. Norge er verdenskjent som olje-, gass- og fiskenasjon, men få vet dessverre at Norge også er en romnasjon. Det er således en samlet næringskomité som gir sitt samtykke til innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen, som er en forutsetning for å følge opp Stortingets vedtak om norsk deltakelse i programmene. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina ble undertegnet under EFTAs ministermøte i

Gjennom frihandelsavtalen med Bosnia-Hercegovina ønsker EFTA å bidra til økt stabilitet i regionen og å styrke den økonomiske utviklingen i Bosnia-Hercegovina. Frihandelsavtalen og avtalen om handel med landbruksvarer er forelagt samtlige departementer, som alle anbefaler at ratifikasjon finner sted. En samlet næringskomité tilrår at frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Bosnia-Hercegovina og avtalen om handel med landbruksvarer

Statsråd

en klimadebatt som

Da ser det ut til at Stortinget er klar til å votere. I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.